Øvstegård har bedt om ordet. SV ønsker å be om at vårt forslag, om å behandle den saken etter forretningsordenens § 39 annet ledd c, blir opprettholdt. Grunnen til det er at fram til den 10. oktober gjaldt disse unntakene fra fraværsgrensen i videregående skole. Nå er den igjen i full effekt, og flere skoler står nå i en akutt situasjon med elever som møter opp syke på skolen for å unngå ugyldig fravær, i strid med smittevernreglene. Dette har allerede ført til utbrudd av i skolen. Derfor haster det, og derfor mener vi at Stortinget bør behandle saken raskt. Hvis det er sånn at vårt forslag til behandlingsmåte skulle falle i salen i dag, ber vi i hvert fall komiteen innstendig om å behandle saken raskt. Da er det fremmet to ulike forslag til behandlingsmåte for Representantforslag 21 S for 2021–2022: presidentens forslag om behandling etter forretningsordenens § 39 annet ledd b, altså å sende det til komité, og representanten Øvstegårds forslag om behandling etter forretningsordenens § 39 annet ledd c. Er det noen som har behov for å gi en stemmeforklaring? – Det er ikke sett. Det blir alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten

Det er ikke sett. Det blir alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Øvstegård. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.